Når en bygger anbefalinger på måling av såkalt arbeidsproduktivitet målt i pleiepoeng per vakttime ved somatiske sengeavdelinger, blir det etter vårt syn en altfor snever måte å vurdere pleieressursene ut fra. Metoden vil bl.a. kunne favorisere sykehusavdelinger med høyt pasientbelegg, noe vi vet er en direkte Og når Riksrevisjonen anbefaler at erfaringer fra sengeposter med høy arbeidsproduktivitet skal overføres til andre sengeposter, kan dette bety at man anbefaler en medisinsk praksis som legger vekt på svært tidlige utskrivninger og generelt høyt pasientbelegg, inkludert korridorpasienter. En slik anbefaling kan Senterpartiet ikke slutte seg til. Det som da er det sentrale, er ledelse. Senterpartiet slutter seg til at god ledelse, planlegging og styring av personalressursene er grunnleggende for at helseforetakene skal kunne yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester. Senterpartiet anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet sørger for stedlig ledelse ved alle sykehus. Hva mener vi med stedlig ledelse? Jo, vi mener en stedlig leder som har både personalansvar, faglig ansvar og økonomisk ansvar. Vi mener her at en må ha en kultur med fast ansettelse og en god grunnbemanning, at en har et høyt faglig nivå på medarbeiderne, og at en har en kultur hvor en stimulerer medarbeiderne til å ta ansvar og tenke sjøl innenfor det formål ledelsen har trukket opp for virksomheten. Dette heter i andre sammenhenger operasjonsbasert ledelse. Det går ut på at en skal stole på dem som står i førstelinjen, gi dem større ansvar og innflytelse. Det er en møysommelig prosess. Det er etablering av en kultur som krever lang tid, det krever en veldig bevisst ledelse, og det krever en ledelse som har en nærhet til menneskene som arbeider. Da vil dette med styringsindikatorer kunne bli et hjelpemiddel, men hovedsaken er nærhet. Det er kjernen i dette dokumentet, at en må legge mer vekt på å få den typen ledelse inn, og at Helse- og omsorgsdepartementet stimulerer til at denne typen ledelse overføres til andre sykehus som har dårligere forhold på området, slik at du dermed får mer igjen for pengene, og stimulerer kvaliteten og medarbeiderne til å gjøre en dyktig jobb. Vi skal i alle sammenhenger her være klar over at når vi snakker om effektiv drift av sykehus, må vi aldri glemme at 70 pst. av innleggelsene i sykehus skjer som øyeblikkelig hjelp. Dette gjør det sjølsagt krevende å la pleieressursene til enhver tid variere helt i samsvar med det aktuelle pasientbelegget. Alle styringsindikatorer må ta høyde for at dette er en tjeneste som har et beredskapsansvar. Derfor igjen: Beredskapsansvar, øyeblikkelig hjelp og det uforutsette, sammen med det høye kvalitetskravet, krever at en har en ledelse som bedre kan beskrives som en ansvarsledelse, en ansvarsledelse som er nær på det som skjer, og kontinuerlig videreutvikler virksomheten med pasientens situasjon for øye. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene viser at det er

et potensial for forbedring i spesialisthelsetjenesten. Dette ønsker jeg å følge opp. I mitt svarbrev til Riksrevisjonen, datert 8. september i fjor, uttrykte jeg derfor at Riksrevisjonens merknader og anbefalinger er et godt bidrag for videre styring og Resultatene fra undersøkelsen gir nyttige innspill til sykehusenes arbeid med analyser, planlegging og styring av bemanningen opp mot variasjoner i aktivitetsbehovene. Arbeidet er i gang og må følges opp på alle nivå i sykehusene, ikke minst på avdelings- og postnivå. Riksrevisjonens undersøkelse trekker fram ledelsens kunnskap, verktøy og styringsinformasjon som sentrale faktorer for å få til en mer effektiv bruk av pleiepersonalet. Dette er jeg helt enig i. Det handler imidlertid ikke bare om effektiv ressursbruk knyttet til helsepersonell som innsatsfaktor, det handler til slutt også om kvaliteten på den helsehjelpen som ytes. I Nasjonal helse- og sykehusplan ble det lagt til grunn at god ledelse og styring av personalressurser er avgjørende for å drive en effektiv spesialisthelsetjeneste. Lederne må organisere arbeidet slik at medarbeiderne brukes mest mulig effektivt, og at de får brukt sin kompetanse til beste for pasienten. I dette ligger det bl.a. god bemanningsplanlegging på den enkelte post, men også et helhetlig blikk på den totale bruken av pleieressurser på ulike sengeposter og mellom poliklinikker og sengeposter. Sykehusene bør bli flinkere til å tenke fleksibilitet med hensyn til både å flytte pasienter og å utveksle personell mellom poster. Dette er tiltak som vil kunne bidra til bedre håndtering av både sykefravær og uforutsett variasjon i pasientbelegg ved sykehusene. Gjennom departementets oppfølging og styringsdialog med de regionale helseforetakene har jeg blitt orientert om at det er iverksatt viktige tiltak knyttet til bemanningsplanlegging. Alle de regionale helseforetakene har over tid arbeidet med aktivitetsbasert bemannings- og ressursplanlegging, altså det å koble bemanningsplanlegging opp imot aktivitet og variasjon i pasientbelegget. Dette er imidlertid relativt kompliserte prosesser, som ikke bare handler om pleieressursene, men også om øvrig personell. De regionale helseforetakene har lagt til rette for forbedringsprosesser, rutiner og prosessbeskrivelser for god bemanningsplanlegging. Det er også stilt omfattende IKT-støtte og analyser til rådighet i dette arbeidet. Riksrevisjonens undersøkelse påpeker variasjoner mellom ulike sykehusavdelinger som det er naturlig å sammenligne seg med. De peker også på manglende kobling mellom bemanningsplanlegging og aktivitet, og at avdelingene i for liten grad samarbeider på tvers. Dette er områder med behov for kontinuerlig forbedringsarbeid som helseforetakene fortsatt må ha stor oppmerksomhet på. Det er de regionale helseregionene og helseforetakene som har ansvar for å dimensjonere og organisere pasientbehandlingen. Ledere og den enkelte medarbeider i spesialisthelsetjenesten treffer daglig beslutninger om prioriteringer, og de må prioritere innenfor de gitte rammene med utgangspunkt i den styringsinformasjonen som er tilgjengelig. Som helse- og omsorgsminister har jeg et overordnet ansvar for å etablere klare prinsipper og systemer for prioritering, og jeg har derfor lagt fram en ny stortingsmelding om prioritering – Verdier i pasientens helsetjeneste. Videre har jeg et overordnet ansvar for at spesialisthelsetjenesten har de ressursene, den kompetansen, de verktøyene og den styringsinformasjonen som er nødvendig for å kunne arbeide godt med å forbedre kvaliteten og fra førstelinjelederne, som er de som er nær der pasientbehandlingen skjer, og helt til topplederne i disse ofte veldig store virksomhetene. Det er et lovpålagt ansvar for helseregionene å bidra til et likeverdig tjenestetilbud til befolkningen og samtidig sikre en best mulig ressursbruk. Det er imidlertid stor variasjon i både ventetider og effektivitet mellom sykehusene. I foretaksmøtene og i oppdragsdokumentet til helseregionene i januar 2015 stilte jeg derfor krav om at de må gjennomføre tiltak for å redusere variasjoner i effektivitet og ventetid mellom sykehusene. Et viktig moment er at man skal sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste praksis og en særskilt vurdering av konkrete tiltak som er nødvendig for å redusere ventetider og øke effektiviteten hos enheter og avdelinger.

som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan. Jeg vil fortsatt etterspørre resultater som viser at avdelinger og sykehus evner å lære av hverandre, og gjennom dette bidra til at de negative variasjonene reduseres. En ber ikke om at sykehus skal gjøre det som er umulig, at en skal gå ut over pasientsikkerhet og kvalitet. Tvert imot er det ingenting som tyder på at de avdelingene som lykkes med å ha utnyttet ressursene godt, redusert ventetider og økt aktiviteten, går ut over kvaliteten. Men det er ekstremt viktig at sykehus – avdelinger internt i sykehus, og også sykehus seg imellom – i større grad og raskere lærer av dem som lykkes og lærer å ta i bruk flere av virkemidlene. Det er noe som det nå jobbes mer systematisk med. Av representanten Lundteigens innlegg kunne en få inntrykk av at helsetjenesten hadde en generell utfordring i beredskapssituasjoner. Det mener jeg det ikke er grunnlag for å si. I de situasjonene vi har hatt, og har, alvorlige hendelser, er det generelle inntrykket at helsetjenesten håndterer situasjonene godt. Selv om det selvfølgelig alltid er forbedringspotensial på alle områder, må ikke dette være et inntrykk som sitter igjen etter dagens

Men i alle fall er anbefalinga frå Riksrevisjonen at helseføretaka kan bruka pleieressursane meir effektivt, at leiingas styringsinformasjon ikkje gir godt nok grunnlag for å sikra effektiv bruk av pleieressursane, at planlegging av bemanninga ikkje vert godt nok

fått iallfall meg til å tenkja på: Kva er det vi eigentleg går ut og undersøkjer, og kva slags premissar er det som ligg bak dei undersøkingane vi gjer når det gjeld

Dei tilsettes vilje og motivasjon til å gjera det beste dei kan, er det viktige, og det må vi ikkje gløyma i desse formlane som vi i dag skal ta stilling til når det gjeld såkalla arbeidsproduktivitet. Riksrevisjonen skriv at det er store variasjonar i det som vert kalla for arbeidsproduktivitet, og på den bakgrunn anbefaler dei at helseføretaka kan bruka pleieressursane meir effektivt, og at avdelingar med låg arbeidsproduktivitet må verta meir effektive. Arbeidsproduktivitet viser kor mykje pasientbehandling sengeposten har utført med dei pleieressursane som er vorte brukte. «Pleiepoeng per vakttime» er brukt vakttime» er brukt som eit omgrep, som ein indikator på arbeidsproduktivitet. Det vert sagt i debatten her at vi kan ha forskjellig haldning til arbeidsproduktivitet. Da seier eg: Nei, vi har ikkje forskjellig haldning, for når det gjeld arbeidsproduktivitet, er det nøyaktig definert i Riksrevisjonens rapport korleis ein kjem fram til det omgrepet. Det er fire komponentar som verkar inn på pleiepoeng. Dei er dimensjoneringa – altså bemanninga som er tilpassa sengekapasiteten – pleiebehovet, liggjetida og kapasitetsutnyttinga, også kalla beleggsprosent, altså det faktiske talet liggjedøgn delt på kapasitet liggjedøgn. Da får vi ein formel som er også kalla beleggsprosent, altså det faktiske talet liggjedøgn delt på kapasitet liggjedøgn. Da får vi ein formel som er slik at ein får høg arbeidsproduktivitet dersom ein oftare har færre pleiarar per seng, har høgare og kortare liggjetid for pasienten. Dersom ein sengepost på eit sjukehus skal gjera som anbefalt frå Riksrevisjonen, og auka sin effektivitet – dersom ein har låg arbeidsproduktivitet – kan ein gjera det ved å korta liggjetida ved å redusera bemanninga og ved å få eit høgare pasientbelegg. kan ein gjera det ved å korta liggjetida ved å redusera bemanninga og ved å få eit høgare pasientbelegg. Ei slik einsidig fokusering på effektivitet opp mot dette er eg bekymra for, for dei faktorane som da gir utslaget i denne målinga av arbeidsproduktivitet, er faktorar kan vera ein fare for pasientsikkerheita. Pasientbelegg er kraftig diskutert i Helse-Noreg no for tida. Legeforeningen er veldig ivrig på at vi må innføra ei forsvarleg grense for belegg på 85 pst., men har ikkje fått gehør Vi ligg langt over nivået i dei andre OECD-landa når det gjeld kor fulle sjukehus vi har, og vi er det landet – utanom Tyrkia og Israel – som har dei kortaste liggetidene. Når det gjeld liggjetid og pasientbelegg, som er utfordrande nok i dag, vert det anbefalt – viss ein kan setja dette på spissen – å ta dette i bruk i endå større grad. Pasientbelegg veit vi fører til auka pasientforløp, det kan føra til meir infeksjonar på sjukehus, det kan føra til meir sjukemeldingar, og det vert òg sett i samanheng med risiko for dødsfall hos pasientane. skreiv Varden om Fylkeslegens tilsynsrapport frå Sykehuset Telemark. Det var etter ei bekymringsmelding frå tillitsvalde i Yngre legers forening at det vert opna systemtilsyn ved Sykehuset Telemark. På framsida i avisa stod det: «Sykepleiere har det så hektisk at de ikke rekker å spise eller gå på do. Noen gråter på vei hjem fra Fylkeslegen har konkludert i sin endelege rapport med at Sykehuset Telemark har hatt for mange pasientar og for få tilsette på jobb. Pasientbelegget er uforsvarleg høgt på to sengepostar. Pasientar vert lagde på andre sengepostar enn dei skulle vore og får ikkje forsvarleg oppfølging. I rapporten vert tre dødsfall kopla mot situasjonar med høgt belegg, og I rapporten vert tre dødsfall kopla mot situasjonar med høgt belegg, og bakgrunnen for tilsynet er at både legar, sjukepleiarar og andre pleietilsette gjentatte gonger skal ha slått alarm om arbeidsforholda til leiinga, utan at noko har skjedd. Grunnen til at eg tar dette opp, er at desse avdelingane i Telemark sikkert skårar på topp i Riksrevisjonen si undersøking av kor arbeidsproduktive dei i Riksrevisjonen si undersøking av kor arbeidsproduktive dei er. For meg vert det eit stort paradoks at Stortinget verkeleg kan gå inn og seia at vi skal anbefala dei avdelingane som har lågare arbeidsproduktivitet, å sjå til Telemark. Det er jo direkte pasientfarleg, så den delen av anbefalinga frå Riksrevisjonen kan ikkje vi Når det gjeld at leiarar manglar informasjon til styring, kontroll og læring, som òg er ein del av Riksrevisjonen sine påpeikingar, er det ei meir forståeleg anbefaling. Sjølvsagt må det vera sånn at leiinga har denne typen informasjon, og det viser jo at det er ei for dårleg leiing av sjukehuset i dag, og det er for dårleg pasientnær leiing. Denne anbefalinga er ikkje mogleg å få til dersom ein

sjølv om ein i teorien skal skriva ut pasientar til helga, er det ikkje alltid det skjer. Men mange sjukehus er godt i gang med å prøva å få lokaltilpassa planlegging i tråd med dette, og det er sjølvsagt ikkje Senterpartiet imot. Det er positivt. Når det gjeld samhandling med andre sengepostar, noko som vert trekt fram som positivt for målet om effektivitet, kan det òg vera bra. I merknadane har vi

dei involverte, sånn at ein sikrar at ein har kompetansen i orden til det som skal utførast, for det kan vera ein del forskjell opp mot kva slags pasientar ein har innlagt. Det var mine kommentarar til denne revisjonen. Som sagt er det dette med beleggsprosent og kortare liggjetider som eg synest er svært problematisk at Stortinget no går inn og anbefaler sjukehus å følgja. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Sakene nr. 7–14 er andre gangs behandling av lovsaker, og presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Det må

Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt 18 forslag. Det er forslagene nr. 1–6, fra Ola Elvestuen på vegne av Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslagene nr. 7–15, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet forslagene nr. 16–18, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet Det voteres først over forslagene nr. 7–18, fra Senterpartiet. Forslag

Da korrigerer vi det.

Sakene nr. 7–14 gjelder andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene fra og med 71 til og med 78. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Dermed er

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen odet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.